Haag-konferansen for internasjonal privatrett utreder internasjonal surrogati. Sekretariatet har nylig avgitt en foreløpig rapport, der det understrekes at «this global phenomenon may ultimately demand a global solution», jf. nettsiden peker på at det er vanskelig, om ikke umulig, å se for seg at hver enkelt stat alene kan løse de transnasjonale problemene som oppstår som følge av surrogati. Den endelige rapporten fra Haag-konferansen, med anbefalinger om mulige løsninger, vil foreligge i april 2013, altså om ett år. Jeg viser for øvrig til det brevet som ble sendt fra departementet 26. januar 2011, der bioteknologiloven er omtalt, jf. Dokument 8:41 S for 2011–2012. Bioteknologiloven er, som kjent, under evaluering i Helse- og omsorgsdepartementet. I den forbindelse vil spørsmålet om å tillate eggdonasjon, som er en forutsetning for surrogati, bli vurdert. Vi er for øvrig i gang med en breiere utredning av spørsmål knyttet til surrogati og eventuelle nye lovbestemmelser om dette. Dette er bl.a. en oppfølging av Farskapslovutvalgets NOU 2009:5, som har vært på høring. Mediedebatten de siste åra har vært kraftfull, med sterke ytringer for og imot surrogati. Jeg har stor forståelse for at enkelte har følt seg usikre – og til og med lurt – når det gjelder hvilket regelverk som gjelder i Norge for barn født av surrogatmor i utlandet, og at det har ført til frustrasjon og sinne hos dem som har fått sitt høyeste ønske oppfylt, nemlig å bli foreldre. Barna våre er noe av det mest dyrebare vi har, og de aller fleste foreldre vil det beste for sine barn. Det er derfor etter mitt syn viktig at alle barn på en enkel måte får anledning til å få etablert juridisk foreldreskap etter norsk rett til en eller begge av sine omsorgspersoner, dvs. sosiale foreldre. Barn har ingen innflytelse på omstendighetene rundt sin tilblivelse. Hensynet til barnets beste og barns særlige behov for trygghet og stabilitet må tillegges betydelig vekt. Dette har departementet lagt vekt på i arbeidet med midlertidig forskrift og midlertidig lov etter barneloven. Også når det gjelder framtidig lovverk, vil det være et viktig hensyn nettopp å Spørsmålet om hvem som er barnets far eller mor, er avgjørende i en rekke rettslige sammenhenger. Det å få avklart hvem som er juridiske foreldre til barnet, vil også hindre uklarheter og tvister om dette seinere i livet, f.eks. ved samlivsbrudd eller dødsfall. Det er i tråd med bestemmelsene i barneloven og FNs konvensjon av 20. november 1989 om barns rettigheter, den såkalte barnekonvensjonen, at det offentlige bidrar til at barn bosatt i Norge juridisk far og mor, der dette er mulig. Barn har alltid blitt til – og vil i økende grad, på grunn av teknologi og globalisering, bli til – på de merkeligste måter. Uansett er det viktig for meg som barneminister å understreke barnas verdi, og at det heldigvis er sånn at de fleste barn, i hvert fall i vår del av verden, er sterkt ønsket. Jeg vil også si at sjøl om man er mot surrogati – og de fleste av oss er nok kritiske til surrogati som sådant – må vi huske på at disse barna blir født, og at de får med seg debatten om surrogati. Det er mange sårbare parter her – som jeg innledet med – og det er viktig for meg å få sagt at sjøl om vi er kritiske til bruk av surrogati, er vi ikke kritiske til de barna som er blitt født.

Jeg takker statsråden for svaret. Jeg vil også ønske statsråden velkommen til Stortinget i sin nye stilling som statsråd og ser fram til dialog og samarbeid i den forbindelse. Jeg synes statsråden har mange viktige og gode refleksjoner omkring barnets status og situasjon i de ulike situasjonene som oppstår knyttet til surrogati, og hvordan unger blir til i en moderne verden med ulike teknologiske muligheter. Jeg er også glad for at statsråden er opptatt av å sikre unger trygghet og juridisk å ta grep for å få til det. Jeg er også glad for at statsråden sier at hun bekrefter at frarådingen som kom sommeren 2010, står ved lag og praktiseres gjennom at den er lagt ut på hjemmesidene til utenriksstasjonene. Det er et svært viktig råd, fordi det nettopp er en oppsummering ut fra alle de utfordringene vi har sett over lang tid. Samtidig hadde jeg nok ønsket at statsråden ikke bare hadde reflektert omkring konsekvensene av surrogatindustrien og surrogattjenestene rundt omkring i verden. Når det er en internasjonal utfordring, er det nettopp summen av Når det er en internasjonal utfordring, er det nettopp summen av hvordan vi som ulike land i verden håndterer utfordringen, som legger premissene for i hvilken grad unger blir født på måter som vi er kritiske til, som statsråden uttrykte det. Jeg hadde ønsket meg en tydeligere presisering av hva slags verdimessig plattform man bygger denne gjennomgangen på. å redusere problemene og omfanget av surrogatindustrien? Ønsker vi aktivt å bidra til å hindre at det skjer, nettopp ut fra hensynet til kvinners integritet og ungers unike egenverdi? Jeg har lyst til å sitere forhenværende statsråd Audun Lysbakken, som sa følgende til Klassekampen i juni 2010: egenverdi? Jeg har lyst til å sitere forhenværende statsråd Audun Lysbakken, som sa følgende til Klassekampen i juni 2010: «Jeg vil sterkt advare norske borgere mot å reise utenlands for å få barn på denne måten. Surrogati er forbudt i Norge, og norske myndigheter kan ikke garantere at det i framtida blir mulig å omgå dette ved å reise til andre land». Jeg håper statsråden kan bekrefte at hun står på den samme politikken og de samme

mot bruk av surrogati. Spesielt viktig er det kanskje i land som er preget av mye fattigdom, og hvor regelverket og myndighetsutøvelsen ikke er like god som det vi er vant til. Men det er maktpåliggende for meg å jobbe for at de barna som er i Norge, som er født på den måten, skal få en trygghet, og at de ikke må leve for lenge i en usikkerhet rundt sin situasjon og sin juridiske status. Så får vi diskutere hvordan vi skal forholde oss når vi skal jobbe med det permantente lovverket. Som jeg sa i mitt hovedinnlegg, er det sånn at vi nå snart får en midlertidig forskrift, som forhåpentligvis trer i kraft medio mai, og så får vi en midlertidig lov. Da blir det viktig at de borgerne som som er i en situasjon som denne loven adresserer, at de også gjør sitt for å bidra. Det er klart at det er ikke helt lett, heller, å henge med i den medisinske og teknologiske utviklinga og i reisemønsteret til norske borgere. Det betyr at det ofte vil ta noe tid før vi klarer å møte de utfordringene som oppstår, fordi dette er så komplisert, og ofte kan det være vanskelig å få klarhet i de faktiske forholdene. Det vi ikke ønsker å bidra til, er f.eks. at barn blir utsatt for tingliggjøring, eller at mødre blir utsatt for handel eller utilbørlig press. Samtidig må vi sikre at vi gjør vårt for at de barna som er her, får en trygghet. Det er ofte vanskelig å balansere, men debatten må i hvert fall føres på den måten at ikke de barna som blir født, opplever at de er mindre verdt. Jeg er glad for at vi får lov til å diskutere en så

hvordan det norske samfunnet tar vare på de ungene som allerede er født gjennom surrogati i utlandet. Jeg har lyst til å berøre det temaet som jeg nevnte nå sist, først. Vi vet at det er flere hundre unger, ja kanskje opp mot 800–900 som er født ved surrogati i utlandet. Vi vet også at det blir født stadig flere, og vi at disse barna blir født innenfor alle typer familieformer. Det er enslige – både menn og kvinner – det er heterofile familier, og det er homofile familier. Fram til sommeren 2010 tror jeg vi ærlig må innrømme at vi hadde et ganske uklart regelverk, og vi hadde en uklar praksis for hvordan vi skulle håndtere disse tilfellene. Mange av disse familiene som nå har fått brev fra Folkeregisteret om at foreldreskapet kan bli har overhodet ikke tøyd regelverket. De har hele tida spilt med åpne kort, og fått veiledning og råd om hvordan de skulle gå fram. Det gjelder ikke minst de familiene som har barn som er litt større, og som ble født før 1. juli 2010. For dem oppleves det brutalt når de i ettertid får en uskyldig hvor de med byråkratiske formuleringer blir fortalt at de ikke er foreldre til sine barn, eller at foreldreskapet kan bli slettet. Mest brutalt er det for de to familiene som fikk det brevet i fjor sommer om at foreldreskapet faktisk var slettet. Det er egentlig ikke så veldig vanskelig å forestille seg hvilken følelsesmessig påkjenning disse familiene har vært i de siste ni månedene. Jeg må si at jeg derfor har et behov for å be disse ungene i de siste ni månedene. Jeg må si at jeg derfor har et behov for å be disse ungene og disse familiene om unnskyldning for det byråkratiske rotet vi har utsatt dem for – vi burde tatt ting i en annen rekkefølge enn det vi har gjort. Sjøl om noen misliker måten ungene har blitt til på, har vi en plikt til å gi disse barna samme trygghet og samme rettigheter som alle andre barn i Norge har. Det gjør vi ved å gi ungene juridisk tilknytning til sine foreldre Det er altså nå utformet en midlertidig forskrift, som statsråden forteller oss vil tre i kraft ganske raskt. I tillegg er det sendt ut et forslag til en midlertidig lov som vil fange opp de tilfellene som ikke kan tas med i forskriften. Jeg mener det er viktig at disse regelendringene kommer på plass raskt. Familiene som i fjor fikk brevene, føler en stor utrygghet overfor norske myndigheter. Først når sakene deres er rettet opp, vil de igjen føle den stabiliteten og Så til de prinsipielle spørsmålene rundt surrogati. Jeg tror vi først må si at vi må anerkjenne at stort sett alle voksne har et ønske om å få barn, og at det ikke er noe galt i seg sjøl. Jeg vil overhodet ikke være med og vil overhodet ikke være med og moralisere over dem som gjør ganske mye for å få de ungene, enten det er gjennom klinikker i Norge, på St. Olavs Hospital eller på Ullevål de får hjelp til å få barn. Heller ikke vil jeg være med og moralisere over dem som velger surrogati. Men det betyr ikke at vi skal la være å sette grenser for hva vi tillater og ikke. ikke. I dag er jo surrogati forbudt i Norge, men vi utfordres daglig av de bestemmelsene, nettopp ved at vi ser at mange omgår regelverket. Jeg ser for meg at vi har tre måter å løse det på. Den ene måten er å sette klare, tydelige grenser for surrogati og Men vi må stille oss spørsmålet: Vil norske borgere av den grunn la være å gjøre det? Så kan vi selvfølgelig åpne for surrogati i Norge. Representanten Håbrekke har jo skissert mange av de betenkelighetene vi har der. Det tredje alternativet vi har, er å ha det sånn som det er i dag, at vi sier nei i Norge og aksepterer at det skjer i utlandet. Ingen av de tre løsningene synes jeg er gode, og jeg er egentlig enig i det statsråden sier, at vi har behov for å få et internasjonalt regelverk på plass som kan regulere det, sånn at vi slipper at folk reiser til utlandet og omgår det regelverket vi har. Det er

uansett hva vi politikere vedtar og diskuterer i denne salen, kommer barn til å bli laget i Norge, på forskjellige måter, enten vi liker det eller ikke. Det som statsråden var inne på i slutten av sitt innlegg, var at selv om vi er imot eller er kritiske til surrogati, så er vi ikke imot eller kritiske til de barna som blir født. Undertegnede representerer et parti, Fremskrittspartiet, som har sagt at vi er imot surrogati. Vi ønsker ikke surrogati, og vi ønsker ikke at det skal bli lovlig i Norge, heller. Det kommer jeg til å forholde meg til og stå bak helt til det blir gjort en endring, og det kan jeg ikke se kommer til å bli gjort i nærmeste framtid. Likevel vet vi at det er personer som reiser til utlandet og benytter seg av surrogati. ønske for veldig mange, og da blir det mange ganger feil av oss politikere å stå og moralisere over måten det blir gjort på. Men vi kan mene det, og Fremskrittspartiet ønsker ikke å åpne opp for at det skal bli lovlig med surrogati. Men vi kan mene det, og Fremskrittspartiet ønsker ikke å åpne opp for at det skal bli lovlig med surrogati. Vi ser likevel at surrogati blir brukt. Da er, som flere har vært inne på, det viktigste å få en trygghet for de barna som er kommet til landet, og å få på plass internasjonale avtaler og lover, slik at vi får bukt med den utviklingen vi har sett i India, der det nå er flere «fabrikker» som nesten driver med menneskehandel av barn. Det som også er et dilemma her, er hele tankegangen. Mange av de landene som godkjenner surrogati, har en helt annen tilnærming til og tankegang når det gjelder dette, enn det vi norske politikere har. Det viser helt klart den seansen som familiekomiteen hadde da vi var i USA og hadde et møte med en surrogatforening. Det var nesten sånn at man var på to vidt forskjellige planeter når det gjaldt hva slags tilnærming man hadde til dette.

Mens man i Norge sier at det er den som føder barnet, som er mor, er det ifølge andre lands lovverk den som mottar barnet, eller som har biologisk tilknytning til det, som er mor. Så det er en problemstilling. Jeg hadde en personlig opplevelse i et møte der vi diskuterte surrogati på helt generelt grunnlag, der plutselig sa at ja, jeg har benyttet meg av surrogati på grunn av at jeg har vært igjennom så sterke kreftbehandlinger at jeg ikke kunne få flere barn. Hun brukte sine biologiske egg og sin manns sperma, og fikk søsteren sin til å bære dette barnet fram. Det var for henne en helt naturlig ting å gjøre. Da min søster – nå begynner vi å bli litt personlige her

straffbart. Da er det viktig at de er opplyst om at de får en stor utfordring når de kommer til Norge med sitt barn, som blir utsatt for en stor belastning. Så igjen: Dette er en vanskelig debatt og et etisk dilemma, som vi kommer til å diskutere flere ganger. Det er

handler om verdier, om etikk. Hva slags virkemidler synes man det er greit at man tar i bruk for å få barn? Og er det noen virkemidler som er lettere å akseptere enn andre, eller er dette virkemidler som man kan sidestille? Denne debatten inneholder, som flere har vært inne på, to spor. Den handler for det første om hvordan man håndterer spørsmålet om surrogati isolert sett på et mer generelt og prinsipielt nivå, og hvordan vi skal forholde oss til at lovgivning i ulike land har en annen tilnærming enn man har i Norge. Det andre spørsmålet er hvordan vi forholder oss til de barna som er født, og hvordan man da skal finne en løsning på de juridiske spørsmålene og utfordringene dette skaper. Det er viktig, som statsråden var inne på, at barnas rettigheter blir ivaretatt, uavhengig av hva man måtte mene om spørsmålet om surrogati. Det har Norge internasjonale forpliktelser til å gjøre. Det er viktig å ha med seg at for noen er ikke disse spørsmålene bare politiske spørsmål som handler om en teoretisk tilnærming til surrogati, eller bare et etisk spørsmål, men det handler faktisk om det som er ens aller nærmeste og aller kjæreste. Derfor er det viktig at man skiller mellom de to debattene. Regjeringen har, som statsråden har vært inne på, gjort en jobb for å prøve å finne løsninger for dem som allerede har blitt født, og som allerede har kommet til Norge. Norge. Man håper gjennom en midlertidig forskrift at man skal kunne fange opp dem som allerede er kommet i den situasjonen. Samtidig er vi som politikere forpliktet til å ta hensyn til og finne løsninger for barna, men vi må også klare å heve oss over enkeltsakene og se hva slags lovgivning vi ønsker oss i Norge. Vi må også ha med oss at alle de valgene vi tar i disse spørsmålene, eventuelt vil kunne bidra til en videre liberalisering av lovverket og legge grunnlaget for nye debatter og spørsmål om ytterligere liberalisering. Vi må være klar over at disse spørsmålene hele tiden vil være i utvikling, på samme måte som teknologien hele tiden gir oss nye muligheter. Bioteknologiloven er under evaluering, som flere har vært inne på. Da vil spørsmålet om å tillate både inne på. Da vil spørsmålet om å tillate både eggdonasjon og igjen, kanskje, surrogati fort bli diskutert. Det er naturlig at dette er spørsmål som kommer opp i den forbindelse. Senterpartiet har hatt en restriktiv holdning til mange slike typer spørsmål, men hvordan en skal forholde seg til debatten videre, må partiet ta stilling til. Det som gjør det krevende med å ha disse to debattene samtidig, er at

gjør ikke de etiske og juridiske problemstillingene mindre viktige. Det sies at et lovforbud mot surrogati som også gjelder nordmenn i utlandet, ikke vil være effektivt, og at det vil være umulig å følge opp. Vel, det setter jeg et spørsmålstegn ved; jeg har ennå ikke sett eller hørt noe som dokumenterer dette. Tvert imot: Vi har allerede en lovbestemmelse, nemlig forbudet mot sexkjøp i utlandet, der nordmenn kan få problemer og bli straffet i Norge dersom de kjøper sex i utlandet. Surrogati i seg selv reiser flere spørsmål enn det gir svar. I flere land som tillater surrogati, er lovgivningen tilrettelagt for kommersielt surrogati. Snakker vi ikke da om produksjon av og handel med barn? Hva med kvinnen som bærer fram en svensk dokumentar nylig, fra India. Indiske unge mødre ble surrogatmødre på grunn av pengene de fikk. Samtidig måtte de reise fra egen mann og egne barn for å bo på en klinikk under hele svangerskapet. Hva da med kvinnens egne barn som måtte leve uten mamma i månedsvis, kanskje år dersom kvinnen fødte mer enn ett surrogatbarn? Gjør de dette frivillig, eller blir de tvunget? Vi kjenner alle hvilken svak stilling kvinner i mange land har. Vi kan vel ikke sitte her i Norge og late som om alle surrogatmødre gjør dette kun for å hjelpe andre til å få barn? Noen bruker diskrimineringsargumentet når kvinner uten livmor ikke får barn, eller når homofile ikke får barn. Men er det virkelig det? Er det en menneskerett å få barn? De fleste vil nok svare nei på det. Barnets rett må etter min mening alltid stå i fokus. Barn har en rett til å kjenne sine biologiske foreldre og få omsorg fra dem. Det sier i alle fall FNs barnekonvensjon, som vi har sluttet oss til. Er biologisk familie uviktig for enkeltmennesker? Er det riktig at et samfunn legger til rette for å frata mennesker mulighet til å vokse opp med eller kjenne sitt opphav og sin familie?

Det har fra arbeiderpartikvinnene kommet krav om at vi nå bør tillate eggdonasjon. Dersom dette blir en realitet, mener jeg at veien til surrogati blir kortere. Flere har også vært inne på hvem som egentlig er mor ved eggdonasjon og surrogati. Barnet kan ende opp med tre mødre: En genetisk mor som gir egget, en biologisk mor som bærer frem barnet, og en sosial og juridisk hun som har bestilt og ønsker barnet. Kan dette skape eksistensiell forvirring hos barnet senere? Hvem er jeg? Hvem er egentlig mine foreldre? Som interpellanten var inne på i sitt andre innlegg, har det stor betydning hvordan vi som samfunn tilrettelegger når vi opplever at enkelte reiser til utlandet og gjør bruk av surrogati. Det har betydning hvordan vårt samfunn reagerer på dette. Jeg er også opptatt av barna som kommer i en slik situasjon, men for meg er barnets rettigheter mer enn at vi ordner opp eksistensielle spørsmål knyttet til surrogati, som jeg har prøvd å si litt om i mitt innlegg. Hvis det er slik at bare man ordner opp juridisk, at det ikke har noen konsekvenser, og at vi heller ikke har et klart lovverk mot surrogati, gir det også en rekke signaler. Jeg vil på det sterkeste advare mot at vi tillater surrogati

Debatten om surrogati handler om voksnes behov, sa forrige taler. Ja, handler ikke det å få barn alltid om voksnes ønsker og behov? I fjor sommer fikk en del foreldre som har fått barn ved surrogati, brev om at de ikke lenger var registrert som juridiske foreldre til sine barn, tilknytningen var slettet eller skulle slettes i Folkeregisteret. Noen av barna sto igjen uten juridiske foreldre i Norge, andre har mistet den juridiske tilknytningen til én av to. Med et pennestrøk ble en rekke barn gjort foreldreløse, rettighetsløse, noen også statsløse. Det skal ikke mye empati til for å forstå at det er forferdelig for barn og foreldre å havne i en slik situasjon. Det er heller ikke vanskelig å forstå den store usikkerheten det har skapt hos alle andre barn og foreldre i samme situasjon. Jeg føler, som representanten Gjul, behov for å be om unnskyldning for det disse familiene opplever. Det er viktig å understreke at mange av foreldrene ikke har tatt seg til rette. Mange har søkt veiledning fra norske myndigheter om hvordan de skulle gå fram, før barnet ble født. Jeg kjenner til et par som i 2008 tok kontakt med Nav om rettigheter dersom de fikk barn via surrogati i USA med egne egg- og sædceller. De fikk som svar – skriftlig – at dersom de hadde juridiske dokumenter som beviste at de var foreldre, ville de ha krav på foreldrepenger – og underforstått juridisk farskap/morskap. Slik gikk det ikke. På tross av at både mor og far er genetiske – og ikke minst sosiale – foreldre, er det bare far som regnes som juridisk forelder. Hans genetiske bidrag – sædcellen – gir juridisk foreldreskap til barna, hennes bidrag – eggcellen – ikke. At begge er barnets reelle foreldre med alt vi legger i begrepet

uekte barn. At barn født utenfor ekteskap skulle ha færre rettigheter enn ektefødte, framstår i dag som en uhyrlig tanke. Men det er altså slik vårt system fungerer når det gjelder de såkalte surrogatbarna. Det er ille at Norge behandler menn og kvinner ulikt, og det er ille at samfunnets ressurser brukes til å trekke foreldreskap i tvil – der det reelt sett ikke er noen tvil. Surrogati er ikke tillatt i Norge. Men det er tillatt i en rekke andre land, og så mange som 900 norske barn kan være født på denne måten. Det er ingenting ulovlig ved måten disse barna er kommet til verden på. Avtalene som er inngått, er gyldige og rettskraftige i det land der barnet er født. De fleste barn født ved surrogati i utlandet, har både en mor og en far, mens noen har bare én forelder, andre har to foreldre av samme kjønn. Det siste har fått mest oppmerksomhet, fordi de – av åpenbare årsaker – ikke begge er biologiske foreldre. foreldre. Likevel: Etter norsk rett er det surrogaten alene, eventuelt også hennes ektemann, som er barnets eneste foreldre. Etter hjemlandets rett har hun ingen rettigheter og plikter, mens hun etter norsk rett har alle. Vi eksporterer med andre ord norske rettigheter til personer som ikke ønsker dem, og plikter til land som ikke anerkjenner dem. Ingen hensyn taler for å sette barnets beste til side på denne måten.

Det handler ikke om å sikre barna. Dagens interpellasjonsdebatt føyer seg inn blant slike initiativ. Verden er full av barn som trenger omsorg. Adopsjon må bli et reelt alternativ for alle som ønsker barn. Slik er det ikke i dag. Foreldre av samme kjønn er i realiteten avskåret fra å adoptere. For alle andre er saksbehandlingstiden for lang. Norge samarbeider bare med halvparten så mange adopsjonsland som Danmark. Det er mange ting vi kan og bør gjøre for å øke mulighetene for adopsjon i Norge. Sjelden er den forslitte klisjeen om å ha to tanker i hodet mer på sin plass. Å sikre at barn som lever i Norge, har en juridisk tilknytning til sine foreldre, er ikke det samme som å si ja til surrogati. Surrogati reiser en rekke etiske spørsmål. Om én ting kan det imidlertid ikke være uenighet: Barn trenger foreldre!
Uavhengig av standpunkt til ulike måtar som ungar blir til på, meiner eg det er viktig at me alle må akseptere at det er heilt legitimt å ynskje seg barn. Det er å stadfeste barns eigenverdi, som statsråden sa. Eg meiner at du er ikkje ein egoist om du ynskjer deg eit barn. Det treng ikkje vere ein artikkel i Menneskerettskonvensjonen for at ynsket om barn er legitimt. Det er for svært mange eit stort og ektefølt ynske, og det må vere eit legitimt ynske. Det er berre å sjå rundt om i samfunnet kor mykje som er sentrert rundt familien, kor mykje eksistensielt som ligg i det å stifte familie for mange. Det er legitimt å ynskje seg barn. Så er det heilt klart at ein må regulere korleis det skal kunne gå til. til. Debatten om surrogati er ikkje ein enkel debatt. Det er ein stor og nyansert debatt, og eg synest heller ikkje at ei klar løysing peikar seg ut som den perfekte. Når det gjeld spørsmålet om dei ungane som me har debattert her til no, bør ikkje det vere vanskeleg. Eg er veldig glad for at regjeringa no ryddar opp i situasjonen for dei ungane som i fleire månader har vore utan juridiske foreldre.

Noreg har heilt sidan 1980-talet vore i førarsetet når det gjeld å ta i bruk ny teknologi og utvikle nye metodar. Om lag 30 000 ungar i Noreg er fødde som eit resultat av assistert befrukting. Mange har fått sitt ynskebarn, og eg er stolt over at me er gode på dette i Noreg. Det kunne vere årsaker som før gjorde at ein ikkje kunne få barn, men det kan i dag gjennom behandling føre til at ein kan få det.

og i tillegg kanskje skal foreslå å reversere ekteskapslova, trur Kristeleg Folkeparti då at ein ville få eit mindre omfang av bruk av surrogatmødrer i utlandet? Det trur ikkje eg. Eg trur me kan gjere meir – og me gjer mykje i Noreg – for at fleire kan få moglegheita til å få barn. Eg vil òg ta opp

desse omgrepa. Synet på barn skal jo vere at alle er like mykje verde, og at dei skal ha dei same rettane. Som statsråden sa på ein glimrande måte, kan me gjerne vere kritiske til surrogati, men me skal ikkje vere kritiske til ungane. Eg vil gjerne invitere Kristeleg Folkeparti til å vere med oss i arbeidet med å presse på for å få fleire samarbeidsland som vil tillate homofile å adoptere, presse på for å utvikle og forske meir på teknologi og metodar innanfor Eg har sett i Kristeleg Folkeparti sitt partiprogram at dei òg ynskjer å utvikle ordningar med assistert befrukting, noko eg synest er kjempebra. Det einaste eg er litt nysgjerrig på, er kva dei legg i ordet «utvikle». Det kunne det jo vere interessant å få eit svar på. I respekt for saka er heile debatten om for eller mot surrogati i Noreg ikkje ein debatt me kan ha no i sin heilskap. Det handlar no fyrst og fremst om å sikre dei ungane som me har nemnt i debatten, som står utan juridiske og så vil det kome debattar seinare om korleis me skal handtere surrogatispørsmålet. Eg synest òg det er veldig interessant det som statsråden seier om å sjå på internasjonale løysingar når det gjeld menneskerettar og regulering av såkalla internasjonal privatrett. Fyrst og fremst er det viktig at me styrkjer dei områda me har i Noreg for å hjelpe både menn og kvinner med å få sitt ynskebarn. Me må styrkje arbeidet med adopsjon,

barns unike egenverdi og for kampen mot utnytting av kvinner, og dermed si nei til surrogati. Jeg kan vel oppsummere debatten med å si at jeg er glad for at det er ingen som har tatt til orde for å tillate surrogati, og i så måte bekrefter at politikken ligger fast. Samtidig har signalene om hvordan man tenker framover, jeg vil tillate meg å si – en betydelig overraskelse i debatten. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle stå her og si det. Men den åpenhet og mangelen på tydelighet i retning i politikken framover må jeg si at jeg er litt forundret over. Det har vært diskusjoner om hvordan man skal ordlegge seg, og hva man mener om det prinsipielle knyttet til surrogati. Jeg er enig med SVs partileder og forhenværende barneminister, som sier bl.a. i en kronikk i VG: «Vi bør utfordre dette som et av mange dilemmaer i debatten om surrogati; selv om en mann er biologisk far til barnet – er en slik transaksjon likevel handel med barn?» Det er et vesentlig og sentralt spørsmål å stille. Jeg hører mange rød-grønne politikere som er opptatt av å peke på dilemmaene og de ulike hensynene som her står mot hverandre. Ja, det er nettopp det som er politikk. Det er når ulike interesser møtes at vi trenger politikk. Det er da det er vår oppgave å ta stilling til hvilken interesse er det vi setter først, og hvilken interesse er det vi setter som nr. to. Det er Nettopp da er det vi skal ta stilling – for barnas interesser og for kvinner som i dag blir utnyttet i andre deler av verden. Jeg er litt forundret over at jeg ikke hører flere rød-grønne stemmer med et sterkt engasjement for nettopp den problemstillingen. Jeg må si jeg er veldig

enn det man omtaler her som barnets beste, som ensidig et behov for juridisk foreldreskap. Det er viktig, men barnets beste omfatter mye, og vi må ta hele debatten for å beskytte barn og kvinner i
Jeg syns dette har vært en interessant og spennende debatt, til ettertanke. Jeg kommer til å bruke litt tid i etterkant på å reflektere over hva som ble sagt her. Vi får også rikelig anledning til å ta denne diskusjonen i sin fulle bredde framover, i og med at vi også skal etablere et permanent lovverk etter hvert. For å berøre noen av innleggene som har vært: Jeg har også full forståelse for at de foreldrene som var berørt av brevet fra Skattedirektoratet, fikk seg ikke bare en overraskelse, men de fikk seg en livskrise, og sånt skal ikke skje. Derfor har vi også gjort hva vi kan for å rydde opp gjennom den midlertidige forskriften og den midlertidige loven, sånn at vi får etablert det juridiske, og ingen skal leve i usikkerhet når det gjelder det som er mest verdifullt for dem, og som betyr mest. Så har det som betyr mest. Så har det vært påpekt de ulike dilemmaene knyttet til dette. Som representanten Håkon Haugli tenker jeg også at utgangspunktet er at både det å få barn og det ikke å få barn handler om voksnes behov, begge deler. Det å karakterisere det ene som noe som først og fremst har med hensynet til barna å gjøre, kjøper jeg ikke. Det er voksnes behov for å få barn som er utgangpunktet når man får barn, og noen ganger får man det også sjøl om man egentlig ikke hadde ønsket det. Som representanten Vågslid påpeker: Det er helt legitimt å ønske seg barn, men det er ikke legitimt å gjøre det på hvilken som helst måte. Men så er med det bakteppet som vi har, og det vi nå vet om surrogati og spesielt i en del fattige land med dårlig juridisk beskyttelse, men det kan også gjelde rike land, at vi på den ene siden er kritiske til surrogati og har forbudt det i Norge, samtidig som vi vet at det er mange som reiser ut – og egentlig flere og flere – for å skaffe seg barn likevel, og hvordan vi skal forholde oss til det. Jeg kan ikke se at det har kommet opp spesielt gode forslag, egentlig, i denne debatten til hvordan man skal forholde seg til det, kanskje spesielt ikke fra Kristelig Folkeparti. Jeg syns ikke at Kristelig Folkeparti er tydelig i debatten. Vil man at vi skal straffeforfølge nordmenn som reiser utenlands for å skaffe seg barn? Vil Kristelig Folkeparti at vi skal la være å gi rettigheter til disse barna, eller at vi skal gjøre det vanskeligst mulig å gi rettigheter til barna?

Men jeg

sa han